Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Under debatten er det satt frem i alt seks forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Torstein Tvedt Solberg på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 4, fra Torstein Tvedt Solberg på vegne av Arbeiderpartiet og

Sak nr. 3 var interpellasjon. Under debatten er det satt frem i alt 13 forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Nils Kristen Sandtrøen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 3, fra Lars Haltbrekken på vegne av Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 4–13, fra Une Bastholm på vegne av